Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 20. oktober 2017: «Endringer blant statsråder og statssekretærer Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 2017 kl. 1100 under ledelse av H. M. Kongen. Det ble truffet følgende vedtak: Utenriksminister Børge Brende gis avskjed i nåde. Statsråd Ine Eriksen Søreide overtar styret av Utenriksdepartementet med unntak av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU. Statssekretær Marit Berger Røsland utnevnes til statsråd og overtar styret av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU i Utenriksdepartementet. Røsland bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som ligger til utenriksministeren, herunder til å undertegne folkerettslige dokumenter og utferdige undertegningsfullmakter, når utenriksministeren er fraværende. Statsråd Frank Bakke-Jensen overtar styret av Forsvarsdepartementet. fortsetter som Norges representant i Nordisk ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål. Statssekretær Laila Bokhari gis avskjed i nåde. Statssekretær Tone Skogen gis avskjed i nåde som statssekretær for utenriksminister Børge Brende og utnevnes på nytt til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Statssekretær Audun Halvorsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Utenriksdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Politisk rådgiver Jens Frølich Holte utnevnes til statssekretær for statsråd Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet. Statssekretær Øystein Bø gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Ine Eriksen Søreide og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Forsvarsdepartementet. Selvstendig næringsdrivende Anders Bjørnsen Werp utnevnes til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 20. oktober 2017 kl. 1400.» Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt. Representanten Karin Andersen vil

representantforslag. På vegne av stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Une Bastholm, Bjørnar Moxnes og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan fram til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene